Neste fase blir hvordan vi kan få til en god integrering av dem som faktisk får opphold. Det er foreløpig inngått tre flyktningforlik i Stortinget, det første om et ekstraordinært mottak av kvoteflyktninger på grunn av situasjonen i Syria, det andre om innstramminger i adgangen til å søke asyl i Norge for personer uten grunnlag for opphold, det tredje om tiltak for en bedre integrering. Det er regjeringa som nå har ansvar for å komme tilbake til Stortinget med forslag til konkrete tiltak som oppfyller forlikene. Dette er bakteppet for interpellasjonen. Men mer konkret gjelder denne interpellasjonen den kanskje mest sårbare gruppa blant verdens flyktninger, nemlig flyktninger med funksjonsnedsettelser, og hvordan vi i Norge kan gå i front og ta vår del av ansvaret for denne utsatte gruppa av flyktninger på en god måte. Som jeg sier i interpellasjonen, besluttet FNs generalforsamling i 1992 at 3. desember hvert år skal være den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Siden den gang er FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne trådt i kraft. Norge signerte i 2007 og ratifiserte i 2013. Konvensjonen gir i utgangspunktet ingen nye og særegne rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelser, men representerer en – dessverre – helt nødvendig understreking av at menneskerettighetene gjelder for alle. Det gjelder også retten til beskyttelse mot å bli forfulgt og retten til å søke asyl. Ifølge FN-sambandet er det en nær sammenheng mellom fattigdom og funksjonsnedsettelser. 80 pst. av alle mennesker med funksjonsnedsettelser bor i fattige land, og sammenhengen går begge veier. Fattigdom fører til funksjonsnedsettelser. Over halvparten av alle funksjonsnedsettelser i verden skyldes skader og sykdommer som kunne vært unngått hvis alle hadde hatt et tilstrekkelig helsetilbud. I tillegg kommer at krig i seg selv fører til at flere skades for livet. Funksjonsnedsettelser fører på den annen side til økt fattigdom på grunn av mangel på utdanning og arbeid for dem som rammes. Vi snakker altså om de fattigste av de fattige. Ifølge FN-sambandet er av funksjonshemmede i fattige land uten tilgang til rehabiliteringstjenester. I tillegg er det slik at i fattige land går 90 pst. av barn med funksjonshemninger ikke på skole. Under FN-toppmøtet 6.–7. juli 2015 om utdanning for utvikling her i Oslo tok statsminister Erna Solberg til orde for en egen FN-kommisjon for helse og utdanning. Barns manglende mulighet til utdanning i krisesituasjoner, som jordskjelvet i Nepal eller flyktningkrisen i og rundt Syria, var et gjennomgangstema under konferansen. Et nærliggende spørsmål blir derfor: Hva gjør vi selv – hvordan kan vi bidra? Rundt 1 milliard eller 15 pst. av verdens befolkning har en funksjonsnedsettelse, og det samme gjelder 9 millioner av verdens 60 millioner flyktninger, hvorav 30 millioner – halvparten, med andre ord – er barn.

Men hva så med kvoteflyktningene? På fjorårets verdensdag for personer med funksjonsnedsettelser, 3. desember, publiserte Atlas-alliansen og Plan Norge en kronikk på NRK Ytring under overskriften Sist i køen. I ingressen sto det: «Funksjonshemmede flyktninger blir oversett av hjelpeapparatet. Nå må norske myndigheter innfri de forpliktelsene som internasjonale avtaler krever.» Jeg tillater meg å sitere litt til:

I 2012 publiserte NTNU rapporten Dobbelt sårbar – Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. Et av funnene deres var at antallet barn med nedsatt funksjonsevne i mottak er lite, og at kompetansen for å avdekke funksjonshemninger er dårlig. På den annen side vet vi at familier med funksjonshemmede barn er det vanskelig å få bosatt i norske kommuner, fordi De som hadde trengt det mest, havner med andre ord bakerst også i denne køen og blir sittende på mottak lenger enn andre. Den ene delen av spørsmålet mitt gjelder derfor om statsråden vil ta initiativ til at vi får en systematisk registrering av funksjonsnedsettelser når personer søker asyl i Norge, slik at vi kan stille opp med det tilbudet vi er forpliktet til, etter internasjonale konvensjoner. En ting er fysiske funksjonsnedsettelser – en annen og enda mer krevende oppgave vil være ulike grader av psykisk utviklingshemning og kognitive vansker. Når det gjelder kvoteflyktninger, vet vi også lite. Ifølge UDIs statistikk for 2015 var det 2 120 kvoteflyktninger, hvor 40 av dem – eller under 2 pst. – ble tatt ut på medisinsk grunnlag. Om noen av dem hadde varige funksjonsnedsettelser, står det ikke noe om. Og hva så med tida framover? I flyktningforliket har Stortinget vedtatt at vi skal ta imot 8 000 ekstra kvoteflyktninger fra Syria i perioden 2015–2017. Da bestemmer vi selv hvem vi skal ta imot. Den andre delen av spørsmålet mitt gjelder derfor om statsråden vil vurdere hvordan Norge i denne forbindelse kan ta sin del av ansvaret for flyktninger med funksjonsnedsettelser. I Sundvolden-erklæringa står det at regjeringa vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering. Formuleringa er gjentatt i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Hvordan disse formuleringene er å fortolke når vi skal bestemme hvem som skal komme som kvoteflyktninger til Norge, er ikke uten videre gitt. Ser regjeringa og stortingsflertallet på flyktninger med funksjonsnedsettelser som vanskeligere å integrere enn andre, slik at de blir forbigått når kvoteflyktningene skal velges ut? Det hadde vært interessant om det kunne blitt belyst i debatten her i dag. Hvordan vil stortingsflertallet stille seg til å øke andelen og antallet kvoteflyktninger med funksjonsnedsettelser til Norge? I en mer rettferdig verden burde egentlig 15 pst. av kvoteflyktningene både til Norge og til andre land vært mennesker med funksjonsnedsettelser. Det samme burde vært tilfelle for asylsøkere som innvilges opphold. Men slik er det ikke. Men det kunne kanskje være et mål å strekke seg etter hente noen av dem som står bakerst i køen, hvis de i det hele tatt kommer inn i noen kø. Det er altså de mest sårbare mennesker i kriger og konflikter. Barna er aller verst stilt. De er de mest sårbare av de sårbare. En god begynnelse kunne jo være å øke bevisstheten rundt disse menneskenes behov ved å la dem få plass i de kvotene vi tar ut, sammen med FN. Helt til slutt: I FN-konvensjonens artikkel 11, om risikosituasjoner og humanitære nødsituasjoner, står det nemlig at partene i samsvar med sine forpliktelser etter folkeretten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner, herunder væpnet konflikt, humanitære nødsituasjoner og naturkatastrofer. Det kunne vært en verdig videreføring av Norges stolte tradisjoner på flyktningområdet om vi nå kunne gått i bresjen for å se disse menneskenes behov og gjøre noe for dem.

Det er viktig å innse at ulike grader av funksjonsnedsettelse kan omfatte et stort spekter av tilstander og hjelpebehov som en følge av dette. Tilstanden kan være av både fysisk og psykisk karakter, men med god tilrettelegging vil funksjonsnedsettelsen bli mindre merkbar for den enkelte. De vil da i større grad kunne ta aktivt del

Det måtte i så fall foreligge et klart formål og et særskilt behov for utlendings- og integreringsmyndighetene for å registrere og lagre denne typen informasjon. Slik jeg vurderer det, har utlendings- og integreringsmyndighetene ikke behov for denne type personsensitive opplysninger om asylsøkere og flyktninger, og det er ikke noe formål som kan rettferdiggjøre innhenting og informasjon. Informasjon om funksjonsnedsettelse er å anse som personsensitive opplysninger i henhold til personopplysningsloven. Denne typen registrering og lagring vil da kunne være i strid med personopplysningsloven. Det at en person har en funksjonsnedsettelse av en eller annen art, er ikke noe som vedkommer utlendings- og integreringsmyndighetene i tilstrekkelig grad. Dersom en person som søker asyl har en form for funksjonsnedsettelse, vil opplysningene framkomme i enkeltsaker og bli tatt med i vurderingene. Det mest sentrale vil uansett være spørsmålet om personen har et beskyttelsesbehov. Dersom en person med funksjonsnedsettelse har fått oppholdstillatelse og skal bosettes i en kommune, vil Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ha tilgang til den informasjonen om helseutfordringer som måtte ligge i slik at den kan tas med i arbeidet med bosetting i en kommune. Når det gjelder kvoten for overføringsflyktninger, er det slik at både Norge og andre land tar imot flyktninger med ulike former for og grader av funksjonsnedsettelser. Norge har en delkvote for flyktninger med et stort medisinsk behandlingsbehov, i år har en 60 plasser. Prioritet her gis til flyktninger som med spesialisert behandling i Norge kan bli friske eller bli kvitt funksjonsnedsettelser. Men også innenfor de ordinære kvoteplassene tar Norge ut personer med medisinsk behandlingsbehov og personer med behov for særlig tilrettelegging. Det er frivillig for kommunene å bosette flyktninger, og jeg ønsker at det fortsatt skal være slik. Da er det viktig å ta hensyn til kommunenes kapasitet til å tilby tilpasset tjeneste. Vi må så godt vi kan, forsikre oss om så godt vi kan, forsikre oss om at vi kan gi gode tilbud til de flyktningene som vi velger å overføre til Norge. I kvotesaker innhentes det helseopplysninger for saker som fremmes på den medisinske delkvoten, men opplysningene er ment for helsemyndighetene i Norge, med tanke på oppfølging og behandling. Opplysningene ligger i enkeltsaker, men registreres altså ikke eksplisitt i Avslutningsvis vil jeg også si at det ville være etisk betenkelig å skulle registrere opplysninger om helserelaterte forhold for asylsøkere og flyktninger i database som ikke tilstrekkelig tjener helsefaglige formål. Personopplysningsloven må gjelde for disse, på samme måte som for borgere i Norge

Jeg takker statsråden for svaret, men statsråden har sikkert stor forståelse for at jeg ikke var veldig begeistret for svaret. Det som er utfordringen her, er nemlig hvordan vi tar imot og hvordan vi kommer i gang med integreringsarbeidet når det gjelder personer med funksjonsnedsettelser, barn med funksjonsnedsettelser, som skal bli her i Norge. Det er en viktig sak. Det er en så viktig sak at de funksjonshemmedes organisasjoner selv påpeker det som NTNUs rapport Dobbelt sårbar også påpekte: Det er veldig tilfeldig hva som skjer. Det er nærmest personavhengig på mennesker med nedsatt funksjonsevne får. Det mangler veiledere. Mottakene er ikke universelt utformet. Jeg var i kontakt med både Norges Handikapforbund og FFO før debatten her i dag og spurte: Hva er deres erfaring? Hvilken rolle spiller dere som frivillige organisasjoner overfor de personene vi her snakker om? Er det kontakt mellom dere og myndigheter på ulike nivåer? nivåer? Begge svarte forholdsvis likt. Det er få flyktninger eller asylsøkere med funksjonsnedsettelser som kommer til Norge, men det er dog noen – også noen som organisasjonene har hatt kontakt med. Organisasjonene kan fortelle at det ikke er tatt hensyn til tilgjengelighet ved de ulike mottakene de sendes til, og det er heller ikke tilgang til eller nærhet til nødvendige helseinstitusjoner, noe som har ført til veldig store utfordringer for den enkelte. Ingen av organisasjonene er blitt kontaktet av utlendingsmyndighetene for å bidra med sin kompetanse. FFO har på sin side inne en søknad hos Bufdir om opplæring av ansatte ved mottak, om informasjon til asylsøkere med nedsatt funksjonsevne om rettigheter og muligheter og om midler til å koble funksjonshemmede asylsøkere med medlemsorganisasjoner, fylkeslag og likepersoner. Og da er det i grunnen helt nødvendig at vi vet Et eksempel som ble nevnt på møtet på FN-dagen i fjor, var en asylsøker som var døv, som hadde søkt om å få komme på Ål Folkehøgskole, men det ble det ikke noe Vi snakker jo om at folk må integreres, at de må lære seg norsk. Dette var da en person som gikk i årevis uten å kunne snakke med noen. Hvordan i all verden skulle denne personen i det hele tatt kunne klare å lære seg norsk? Så jeg synes statsråden hadde en veldig byråkratisk tilnærming til til spørsmålet, og jeg håper at statsråden, når hun får tenkt seg litt om, kanskje ser at det er et poeng i å vite hvem disse menneskene er for å gi dem et godt tilbud i Norge.

og UDI har hatt sin fulle hyre med å greie å opprettholde nok plasser til å kunne gi dem som kommer til Norge og søker beskyttelse, tak over hodet og de fasilitetene de trenger. Så på mange måter har det vært en unntakstilstand i det halvåret vi nå legger bak oss. Så tenker jeg at i den grad man for å bedre situasjonen kan få til samarbeid med disse organisasjonene som nevnes, er jeg selvfølgelig positiv til det. Men det er nok en gang viktig å understreke at det har vært en spesiell situasjon, der man har måttet prioritere hvilke oppgaver man skulle utføre, og hvem man faktisk har hatt tid til å samarbeide med. Så er det også en kjensgjerning at det er vanskeligere å bosette personer med funksjonsnedsettelser enn dem som er funksjonsfriske, og det er noe som vi hele tiden må jobbe for, å greie å få dem ut i norske kommuner. Det som jeg får tilbakemelding om, er at de kommunene som tar flest av disse, er mellomstore og store kommuner. Det henger nok sammen med at de lettere kan greie å gi dem et tilbud enn det mange små kommuner kan, som kanskje har et lite tjenesteapparat i utgangspunktet, og der en ekstra krevende bruker kan gi ganske store Men det er helt på det rene at vi kan bli bedre. Det skal vi jobbe for å bli, og disse personene skal ha de samme rettighetene opp mot personopplysningsloven som alle andre borgere i Norge har. Det må være en viktig premiss

fått. Dette kan være den gruppen som trenger oss aller mest. De går ikke i tog, og de har ingen til å løfte sin sak. Funksjonshemningen kan være både fysisk, psykisk og sosial, og spørsmålet som blir rettet til statsråden, er om det kan foretas en systematisk registrering. Når vi leser at 9 millioner av 60 millioner er i denne kategorien, er det klart at Norge vil få sin andel, og dette vil bli en aktuell sak for oss videre. Det er all grunn til å stoppe opp ved vilkårene disse menneskene må leve med og under, i tillegg til den urolige situasjonen samfunnet og landet til disse menneskene befinner seg i. Kristelig Folkeparti mener at Norge må se til at dette om mulig blir kartlagt og registrert, slik at de kan bli bosatt og integrert på best mulig måte. måte. For å lykkes med det må myndighetene og kommunene ha slike opplysninger for å samarbeide om gode lokale løsninger, og det kan være flere etater som må komme på banen for å få det til. Denne gruppen kommer dessverre alltid sist og står i fare for å tape dobbelt i kampen for verdige livsvilkår, det gjelder i nødhjelpssituasjoner og når det gjelder mulighet for å søke beskyttelse. Det kan også gjelde mulighet for skolegang, rett helsehjelp og ikke minst i krevende sikkerhetssituasjoner. Flyktninger med beskyttelsesbehov som kommer til oss, kan ha opplevd fryktelige krigshandlinger, dødsfall og drap på nært hold, og de kan ha traumer og krisereaksjoner, herunder senreaksjoner. Dette må vi se nærmere på av flere grunner – i tillegg til fysiske funksjonshemninger som enkelte kan ha. Først og fremst må man se på det for å kartlegge om det kan ha betydning for oppholdsgrunnlaget. For flyktningen kan det å fortelle om sin situasjon være en betryggelse som betyr forutsigbarhet og sikkerhet for egen helse og framtid. For samfunnet kan det bety forebygging, sikkerhet og tilrettelegging ved bosetting og integrering. Skal kommunene kunne ta imot noen, forventer de å få relevante Kommunene ønsker å være godt forberedt og eventuelt ha avtale med sykehus eller andre for å få dette til. Hvis den funksjonshemmede med særlige behov er barn eller enslig mindreårig asylsøker, er det ekstra viktig å kvalitetssikre registreringen når det søkes om opphold i Norge. Statsråden sier at det kan være teknisk mulig å få dette til, men det har ikke vært vanlig. Det var greit å høre, men det har ikke vært vanlig. Det var greit å høre, men hun stiller videre spørsmål om dette har et formål, og om det er formålstjenlig. Da minner jeg om at i en asylintervjusituasjon blir det spørsmål om å skrive ned kompetanse, språkferdigheter og utdannelse – en spør jo etter en rekke opplysninger vedrørende personen. Jeg mener at det også må være relevant å For befolkningen for øvrig gjelder personopplysningsloven og personvern, men man oppbevarer også helseopplysninger i samtykke med personen det gjelder, det er en vanlig sak. Når jeg går til fastlegen, eller andre skal ha et sykehusopphold, finnes det relevante arkiv for dette. Jeg forstår at det er en ekstra krevende situasjon nå, men spørsmålet fra Christoffersen og fra Christoffersen og svaret fra statsråden vil forhåpentligvis gi grunnlag for og sette søkelyset på hvordan vi i Norge kan ta denne delen av ansvaret for å ta imot asylsøkere og kvoteflyktninger med særskilte behov. Det er en sak der vi får prøvd om vårt system greier å ivareta tilstrekkelig omsorg og medmenneskelighet. En dag for funksjonshemmede i FN-systemet må ikke bli bare ord og festtaler, det må vises konkret.

Det er et todelt spørsmål som stilles av interpellanten. Om statsråden velger å være en smule byråkratisk når det gjelder første del av spørsmålsstillingen, burde det være mulig å være noe mer politisk i det jeg ser på som andre del av spørsmålet Det handler om hvordan statsråden ser at Norge kan ta sin del av ansvaret for flyktninger med funksjonsnedsettelser når vi tar imot kvoteflyktninger for bosetting hos oss. Det synes jeg statsråden kunne svare på. Det er mer en politisk sak. Så vil jeg statsråden var inne på – i hvert fall i det første innlegget sitt – at det var en del kommuner som vegret seg for å bosette flyktninger med funksjonsnedsettelser. De fryktet for kommuneøkonomien. Det er også en politisk sak. Det kan statsråden være med og avhjelpe. med og avhjelpe. Spørsmålet er om statsråden er villig til også å se på det, enten disse kommunene måtte være store eller

kvoteflyktninger. Det er viktig, tenker jeg, at Norge tar sin del av ansvaret her og at vi gjør hva vi kan for å hjelpe dem som kommer til landet vårt og at vi får til en god integrering. Jeg opplevde ikke at statsrådens svar var så lite imøtekommende og negativt som Christoffersen gjorde. Jeg opplevde at statsråden nettopp sa at de som kommer til landet har like rettigheter som alle andre som kommer og søker asyl og skal ha opphold her, og at det på mottakene legges til rette for helsetilbud. Vi har registreringssystemer som fanger opp dem som trenger noe ekstra, både av tilrettelegging og helsehjelp. Jeg har selv i mitt tidligere liv som ansatt i en kommune vært med og hatt ansvaret for helsetilbud på mottak, hvor vi også hadde funksjonshemmede. Det er klart at vi i dag har en helt ekstraordinær situasjon på mottakene våre. De er overfylte, vi har ikke alle ting på plass. Men når man avdekker behov, er jeg ganske sikker på at man gjør det man kan for å imøtekomme denne gruppen som trenger støtte, tilrettelegging og også helsehjelp for å kunne fungere best mulig, lære seg språk, komme inn i det norske samfunnet og fungere på en så god måte som mulig, akkurat sånn som alle andre i det norske samfunnet som strever med sine funksjonsnedsettelser. Jeg synes også det er en god idé at man tar kontakt med

en smule forferdelse SV har sett på de signalene som regjeringen og samarbeidspartiene kom med helt i starten, nemlig at man skulle endre kriterier bl.a. for uttak av kvoteflyktninger, slik at det var de mest integrerbare som skulle komme til Norge – ergo de som kunne forsørge seg selv og ikke hadde problemer. Det er jo helt i motstrid til det som krig handler om, dessverre. Det handler om at noen blir skadet og ødelagt, og da burde vel den som skal hjelpe, være opptatt av å hjelpe dem som trenger det mest, og ikke være mest opptatt av sine egne behov. Her setter man jo på en måte hjelperen i sentrum. Vi hadde en sak i fjor der regjeringen påsto at man ikke kunne ta imot 123 syriske

kommunene. Nettverket for kommunene som jobber med dette, var åpne om at dette kunne de faktisk klare, men det var regjeringen som hadde hindret det. Man ønsket altså ikke å hjelpe dem som hadde det aller vanskeligst. Jeg hører at statsråden har etiske betenkeligheter med å registrere mennesker med ulike typer skader. Det er bra, men jeg får en lei følelse av at denne betenkeligheten blir brukt som en unnskyldning for ikke å hjelpe dem som faktisk trenger det. For å si det sånn – det må være noen etiske betenkeligheter ved å ha regler som prioriterer dem som kan klare seg best. Det er det ene. Det andre er at det faktisk er muligheter til å komme rundt dette hvis man ønsker det. FNs høykommissær ber oss jo nettopp om det, som de gjorde den gangen om å ta imot de 123. Nå har vi en medisinsk kvote, og jeg går ut fra at den som de gjorde den gangen om å ta imot de 123. Nå har vi en medisinsk kvote, og jeg går ut fra at den skal tas ut på et eller annet vis. Da må man registrere dette på et eller annet vis. Hvilke betenkeligheter som ikke eksisterer for den gruppa som skal tas ut etter medisinske kriterier, men som plutselig eksisterer for andre som ikke blir tatt ut, er litt vanskelig å forstå. Man klarte jo å avvise disse 123 som faktisk hadde fortalt oss trengte mest hjelp, uten etiske betenkeligheter den gangen. Jeg føler at man her bruker regelverket til å obstruere at man faktisk går inn og hjelper flere av dem som enten opplever en krigssituasjon og har en funksjonsnedsettelse fra før, eller får det i krigen. En av de første sakene jeg jobbet med som stortingsrepresentant, handlet om en etiopisk barnesoldat som hadde tråkket på en landmine og blitt blind. Han hadde kommet seg til Norge. Vi holdt på i ti år med den saken før vedkommende fikk opphold i Norge. Da var også argumentasjonen slik som jeg hører i dag: Hvis vi ga opphold til dette mennesket, ville jo alle blinde barnesoldater i hele verden komme til Norge og søke asyl, og det måtte vi hindre. Er det noen som trenger vår beskyttelse, så må det vel være eksempelvis barn som har blitt tvunget til å bli barnesoldater, og som skader seg i krigen og blir blinde. Det hører med til historien at dette mennesket etter god hjelp fra Blindeforbundet i dag er i full jobb i Norge.

jeg håpet at regjeringen hadde. Jeg registrerer at Kristelig Folkeparti deltar i debatten og er innstilt på det. Det gir i hvert fall et lite håp. Jeg vil få lov til å takke for debatten. Det

Det jobbes fra regjeringas side med en ny handlingsplan for personer med nedsatt funksjonsevne. Kanskje flyktninger med nedsatt funksjonsevne hadde fortjent en plass i den nye handlingsplanen. Jeg oppfatter også Høyres Bente Stein Mathisen som positiv til å fortsette å jobbe med disse Det har vært snakket om kommuner og kommuneøkonomi. Jeg var selv ordfører i Drammen kommune da vi hadde situasjonen på Balkan, og det var sånn som Karin Andersen sa fra talerstolen, at vi jobbet sammen på tvers av kommunegrenser. Drammen kommune, som kanskje hadde en sterkere og bedre helsetjeneste for personer med psykiske problemer, tilbød seg å bidra overfor andre kommuner som ikke hadde et like bra tilbud. Kommuner som hadde overskudd på boliger, sa seg villig til å bidra med det, så det går an for kommunene å samarbeide. Helt på tampen av debatten hadde det kanskje vært greit å minne om en del personlige historier som illustrerer hva dette handler om, at det ikke bare er tall og er Sara på 17 år fra Sør-Sudan som i sitt unge liv var vitne til voldtekt, drap, kidnappinger, hun flyktet med familien som ble splittet, og mistet alle unntatt bestemor. Sara er funksjonshemmet. Hun gikk til fots, med store problemer og smerter, sammen med bestemor og kom til en Alle vil hjem derfra, men det er helt umulig, for alt er ødelagt der de kom fra. Hun er ikke trygg i flyktningleiren. Jeg så at statsråden var på flyktningleirbesøk i forrige uke og sa at hun hadde inntrykk av at de hadde det bra. Sara har det ikke bra i den flyktningleiren som hun er i, i Etiopia, for ondskapen finnes også der. Hun ble voldtatt i leiren, ble gravid. Nå er hun en funksjonshemmet mamma og uten håp. Vi kunne gitt sånne som henne et håp. Vi kunne gitt et håp. Så har vi et annet eksempel i Sally Kamara, 19 år, opprinnelig fra Sierra Leone, som sitter i rullestol, men bor i Norge. Hun er et fyrverkeri av energi og tiltakslyst og startet 15 år gammel egen bedrift. Nå, som 19-åring, driver hun en egen hjelpeorganisasjon som sender tekniske hjelpemidler til Sierra Leone. Hun viser at de menneskene vi her snakker om, ikke bare er en byrde, men faktisk også kan tilføre det norske samfunnet noe positivt i

Takk for en god og viktig debatt. Jeg hører representanten Andersen tillegge meg en rekke meninger og holdninger som jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. Det må være lov å være opptatt av personvernhensyn uten at man da blir stemplet med at man er opptatt av andre ting og bruker det som et skalkeskjul. Jeg bruker det ikke som et skalkeskjul. Jeg er Jeg bruker det ikke som et skalkeskjul. Jeg er opptatt av personvern. Registrering vil kunne være i strid med personopplysningsloven, som jeg var inne på, og det synes jeg er viktig å få fram. Det er også sånn at IMDi har tilgang på informasjon om helseutfordringer som måtte ligge i saken. Det er viktige opplysninger når disse personene skal bosettes i kommunene, for det er klart at hvis vi ikke har kjennskap til den typen opplysninger, er det jo heller ikke noen grunn til at det skal være vanskelig å bosette disse personene når man skal bosette. Norge tar et ganske stort ansvar når det gjelder å bosette personer med funksjonsnedsettelser. Vi har faktisk økt antallet som blir bosatt,

Det som er helt klart, er at det er de mellomstore og de store som tar de som er spesielt tunge, og de som har store utfordringer, de mest ressurskrevende. Det henger nok sammen med at det er lettere, som sagt, å gi dem et tilbud der. Jeg vil også si at kommunene over hele landet tar imot personer med mindre funksjonsnedsettelser. Dette har vært en viktig debatt som vi selvfølgelig må ta med oss innspill fra videre. Nå er det sånn at vi må jobbe for å gi også disse personene et bedre tilbud ute på mottakene, men jeg ber også om forståelse for at det siste halvåret har vært forholdsvis krevende for dem som har jobbet i dette systemet, der faktisk førsteprioriteten har vært å gi de personene som kommer til Norge, tak over hodet og de tjenestene som er nødvendig for å gi dem akseptable forhold. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Da er Stortinget klar til å gå til votering.

så har

jeg har nok lyst til

nå. Men

mer

Audun Lysbakken har bedt om ordet før møtet heves, i henhold til forretningsordenens § 54 andre ledd. Presidenten samtykker i at representanten får ordet, og gir dermed ordet til Lysbakken som har en taletid på inntil 5 minutter, også det i henhold til

Norsk organisasjon for asylsøkere har sammen med Helsingforskomiteen og Amnesty alarmert Høykommissæren om den nye norske praksisen med i praksis å avvise asylsøkere som kommer inn i Norge over den norsk-russiske grensen – en praksis som de mener er i strid med retten til å søke asyl. Europasjefen til FNs høykommissær for flyktninger uttalte til NTB fredag 15. januar at Russland ikke er et trygt land for retur. Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS, sier til NRK 17. januar at han «frykter at konsekvensen er at vi sender folk til døden». Tidligere denne måneden har det også kommet fram kraftig kritikk fra interne debatter i UDI. Vi har fått advokater. Alt kretser rundt spørsmålene om det er sånn at også mennesker med korte opphold, mennesker som kan ha reelt beskyttelsesbehov, som har brukt Russland som en fluktrute, avskjæres fra muligheten til både å søke om asyl og å ha en reell klagemulighet i Norge, og om vi risikerer å sette oss i en situasjon der syriske asylsøkere sendes tilbake til Russland. Vi må stole på at regimet i Russland – som jo som kjent er svært positivt innstilt til regimet i Syria – ikke sender flyktninger tilbake til Syria. Russland er nylig dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å ha nektet syriske flyktninger tilgang til asylprosedyre og for i stedet å ha forsøkt å sende dem til Syria. De opplysningene som nå kommer fra advokater og organisasjoner, tyder på at Norge i praksis har innført en regel som gjør at ingen som passerer grensen over Storskog, får en reell behandling av sine asylsøknader. Det vil si at f.eks. syriske flyktninger som kun har vært i Russland i noen dager på gjennomreise, kan returneres dit. Det er ingen som er imot at asylsøkere som har hatt langvarig eller har lovlig opphold i Russland, eller asylsøkere som kommer fra land der det åpenbart ikke er behov for beskyttelse, raskt sendes tilbake over grensen. Men hvis mennesker med reelt beskyttelsesbehov havner i en situasjon der de aldri får sin søknad behandlet, eller blir returnert videre til et land der de kan bli utsatt for forfølgelse eller overgrep, bryter Norge med våre internasjonale forpliktelser. Jeg vil også legge til at SVs gruppe i dag har vært i kontakt med flere advokater som er dypt bekymret for hvordan asylsaker nå behandles. Det gjelder særlig den ikke-eksisterende klageadgangen, som de mener er i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 13 om effektive rettsmidler og retten til å få prøvd sin sak. Det er en svært alvorlig kritikk og veldig viktige spørsmål som rettes til regjeringen. Jeg forventer derfor klare og ærlige svar fra statsråden, og jeg ønsker å stille følgende spørsmål: Kan statsråden forsikre Stortinget om at norske myndigheter nå ikke sender tilbake flyktninger som risikerer å bli videresendt til et land hvor de blir utsatt for forfølgelse, tortur, umenneskelig behandling eller død – som våre internasjonale konvensjoner og forpliktelser krever av oss? Kan statsråden opplyse Stortinget om hvorvidt det planlegges utsendelse av syriske asylsøkere uten varig oppholdstillatelse i Russland, f.eks. personer som har kortvarige tillatelser som turistvisum eller flerinnreisevisum, som omtalt i regjeringens instruks? Vil den kraftige kritikken Norge har fått fra FN, Vil den kraftige kritikken Norge har fått fra FN, føre til noen form for ny gjennomgang av det aktuelle lovverket og den aktuelle instruksen for å sikre at norsk politikk samsvarer med det som er våre internasjonale I en tid da vi opplever stort press på vårt asyl- og mottakssystem, er det viktig at personer som ikke har rett til opphold i Norge, f.eks. fordi de har hatt opphold i et trygt tredjeland, får en rask avgjørelse av saken sin, med påfølgende rask retur. Som Stortinget er kjent med, var det en dramatisk økning i antall asylsøkere som kom til Tilstrømningen skapte et enormt press på registrerings- og mottakskapasiteten og truet hele asylsystemet. Det var helt nødvendig for norske myndigheter å snu utviklingen på Storskog. Lovendringene og instruksene fra i fjor høst var sentrale tiltak og bidro til at norske myndigheter fikk kontroll over situasjonen. Jeg er glad for at et bredt flertall på Stortinget sto bak lovendringene, som har bidratt til at det ikke er kommet asylsøkere over Storskog siden 30. november i fjor. Det er viktig å understreke at det sentrale vilkåret for å returnere en person til et tredjeland er at personen ikke risikerer å bli utsatt for behandling i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3 eller å bli sendt videre til et land hvor vedkommende Folkeretten oppstiller ikke noe krav om at man i tillegg må få behandlet sin asylsøknad i landet man returneres til. Derfor endret vi utlendingsloven i fjor høst, slik at dette vilkåret ble tatt ut av loven. Regjeringen mener at Russland for de fleste tredjelandsborgere er et trygt land, der det normalt ikke foreligger fare for at man blir utsatt for umenneskelig behandling eller blir videresendt til et land med en slik risiko. Utgangspunktet er derfor at en asylsøknad skal nektes realitetsbehandlet dersom utlendingen har hatt opphold i Russland. Utlendingsmyndighetene må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak. Dette er utgangspunktet for Justis- og beredskapsdepartementets instruks til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om behandlingen av asylsøknader fra personer som har hatt opphold i Russland.

søkere som har visum til Russland av kortere varighet og kommer fra et område hvor situasjonen vurderes som noe mer utrygg, kan det være nødvendig med en ytterligere vurdering av den konkrete faren ved retur. Jeg har fått opplyst fra Politiets utlendingsenhet at alle som skal uttransporteres på det nåværende tidspunkt, er personer som enten har multivisum til eller oppholdstillatelse i Russland. Jeg har mottatt et brev fra UNHCR, hvor de uttrykker sine synspunkter på lovendringene Stortinget vedtok i fjor høst, og de etterfølgende instruksene. UNHCR er en viktig samarbeidspartner for norske myndigheter, og jeg vil derfor gå igjennom brevet grundig. Norske myndigheter vil imidlertid ikke alltid være enig i UNHCRs vurderinger. Vi skal ha et møte med UNHCR senere i januar. Dette vil være en arena for oss til å diskutere temaet.

at de nylig har vært i kontakt med UNHCR – dette var da i desember. UNHCR opplyste at de ikke har kjennskap til utsendelse av noen flyktninger til Syria fra Russland siden juli 2014. Det er fattet vedtak om utvisning av syriske borgere, men disse vedtakene er omgjort av overordnede domstoler. Presidenten vil nå åpne for at de andre partigruppene får ordet én gang hver i inntil 3 minutter. Deretter vil spørrer og statsråd få ordet én gang til i inntil 3 minutter.

fra representanten Helga Pedersens innlegg i den debatten: «Fra Arbeiderpartiets side er det en forutsetning for vår støtte til forslaget at det ligger innenfor våre internasjonale forpliktelser knyttet til Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, slik også proposisjonen gir uttrykk for. I det ligger at det grunnleggende vilkåret for å avvise å behandle en asylsøknad og returnere søkeren til en stat der er at det må være trygt å returnere asylsøkeren til det aktuelle tredjelandet. Videre er det et vilkår at «non refoulement»-prinsippet i flyktningkonvensjonen skal overholdes, dvs. vern mot å bli sendt videre til et land eller et område der man er forfulgt. Med den presiseringen støtter Arbeiderpartiet forslaget.» På bakgrunn av oppslag i media der ansatte i UDI er bekymret med tanke på instruksen som Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet i etterkant av lovendringen, stilte stortingsrepresentant Helga Pedersen 11. januar i år spørsmål til statsråd Listhaug om hva regjeringen har gjort for å forsikre om at instruksen om rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, er i tråd med folkeretten. I svaret fra Listhaug heter det: «Det er mitt og Regjeringens syn at den aktuelle instruksen er i tråd med våre folkerettslige forpliktelser. I instruksen legges det til grunn at Russland for de fleste tredjelandsborgere er et trygt land, og at utgangspunktet er at en asylsøknad skal nektes realitetsbehandlet dersom utlendingen har hatt opphold i Russland. Utlendingsmyndighetene må likevel foreta en konkret vurdering i den enkelte sak; dersom det er konkrete holdepunkter for at en retur til Russland vil være i strid med våre menneskerettslige forpliktelser, skal asylsøknaden likevel realitetsbehandles i Norge.» For Arbeiderpartiet er det avgjørende at asylsøkere ikke returneres i strid med våre internasjonale forpliktelser. Vi må legge til grunn at statsrådens opplysninger om at dette ikke skjer, er riktige, vi vil påpeke at det er regjeringens ansvar at Norge på korrekt måte følger opp de internasjonale konvensjoner vi har forpliktet oss til.

den situasjonen som Norge sto oppe i i høst. I den forbindelse har statsråden her nå i dag vist til at de personene som nå sendes ut, er personer som har enten multivisum eller oppholdstillatelse i Russland. Da er det helt naturlig at disse personene skal returneres. Hvis denne sal setter spørsmålstegn ved om det er riktig, vil det ha en «pull-effekt», dvs. at det i seg selv vil være med og bidra til at flyktningstrømmene igjen vil kunne begynne å komme over Storskog. Nå er det viktig at Stortinget støtter opp om de vedtak som Stortinget faktisk har Når det gjelder det folkerettslige, har statsråden fra denne talerstol nettopp påpekt at det er personer, som jeg nettopp har vært inne på, som har multivisum eller oppholdstillatelse. Fremskrittspartiet har full tillit til at statsråden i denne saken gjør det riktige. Det er viktig at vi sender de signalene som vi gjør. Det er viktig at vi iverksetter tiltak som viser at kontroll over situasjonen, og at vi også skal ha det i framtiden. Det svaret som statsråden her har gitt, er for Fremskrittspartiet fyllestgjørende, og det er riktig at man fortsetter denne

En slik situasjon innebar at hele mottakssystemet vårt kom i en krise. Derfor var det også helt avgjørende at et bredt flertall på Stortinget i november så raskt ble enige om innstramninger i utlendingsloven for å håndtere situasjonen over Storskog. Grepene som regjeringen tok, har virket. Resultatet har vært både at situasjonen har blitt håndterbar, og at de som trenger beskyttelse, får det.

Dette vilkåret må også være oppfylt etter lovendringene. Det er også fortsatt slik at dersom det er konkrete holdepunkter for at retur til Russland vil være i strid med våre menneskerettslige forpliktelser i forbindelse med retur, så skal asylsøknaden likevel realitetsbehandles i Norge. Til sist vil jeg si at selv om vi ser klare effekter av innstramningstiltakene, så skal lovendringene evalueres. Endringene er midlertidige i to år, før vi i Stortinget på nytt skal ta stilling til om de har virket i tråd med formålet. Det er viktig at de som trenger beskyttelse, får det. Samtidig må vi finne balansegangen som gjør at det ikke kommer unødvendig mange.

asylsøkere, som hevdet at endringene i regelverket kunne være i strid med retten til å søke asyl, og dermed i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Dette bekymrer Kristelig Folkeparti. Hvis det stemmer, vil det stride mot premissene for at Kristelig Folkeparti stemte for innstrammingene i utlendingsforskriften i høst. Det har vært en grunnleggende og klar forutsetning hele veien av instruksen ikke skal være i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Det er en bunnplanke. Kristelig Folkeparti var imidlertid enig i behovet for å sette inn tiltak for å få kontroll med tilstrømmingen, og vi bidro til det. Vi var også enig i tilbakesendelse til Russland av personer som ikke trenger beskyttelse fordi de har lengre oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Russland, eller eventuelt en tillatelse som kan forlenges. La det ikke være tvil om det. Men nå ser vi på praktiseringen av den nye instruksen, og vi er bekymret hvis den fører til at asylsøkere sendes ut av landet uten individuell vurdering dersom de har brukt Russland som gjennomreiseland. Det har de jo gjort istedenfor å risikere livet for seg, sin familie og barn i Middelhavet. Det gjelder både de som har transittvisum, og flere av dem som har såkalt flerinnreisevisum. Norge kan ikke sende ut personer som risikerer å bli sendt videre til områder der de risikerer forfølgelse. Det er asylinstituttets grunntanke, og det er et folkerettslig ansvar for Norge å sikre at det ikke skjer. Russland ble så sent som i oktober i fjor dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å ha brutt asylretten, og det har de gjort en mengde ganger. UNHCR, altså flyktningkommissæren, har også rapportert om flere returer fra Russland til Syria, noe også UDIs Landinfo rapporterer om angående asylbehandling i Russland. Det er derfor god grunn til å stille disse spørsmålene.

og internasjonale avtalar Noreg er forplikta av. Senterpartiet støttar innstrammingane i utlendingslova, fordi det var heilt naudsynt å få kontroll over situasjonen over Storskog. Me veit at asylstraumen denne vegen har stansa opp. Senterpartiet har gjennom vedtaka som er gjorde, ikkje godteke å avvise asylsøkjarar med reell trong for vern. Det ligg heller ikkje til grunn for vedtaka Stortinget har gjort. Det er regjeringa som har ansvaret for at praktiseringa av lovverket Stortinget har vedteke, er i samsvar med føresetnadene og dei forpliktingane Noreg har i høve til folkeretten og internasjonale konvensjonar. Dette er ein klar føresetnad for Senterpartiet si støtte til framlegget. Hastehandsaminga av Prop. 16 L vart følgd opp av vedtak om at lovendringane som vart gjorde, skal evaluerast. Dette er naudsynt for å sikre at vårt lovverk står seg i høve til å overhalde våre forpliktingar knytte til asylretten. Senterpartiet meiner at innstrammingane var naudsynte. Det er regjeringa som har ansvaret for å sikre at praktiseringa av lovverket og utforminga av det er i samsvar med dei forpliktingane Noreg har. tek for gitt at regjeringa tek det ansvaret, og at dei føresetnadene er varetekne av statsråden og regjeringa. Jeg synes det er

viktig at vi er lydhøre og lytter mer til organisasjonenes innvendinger når vi gjør hastevedtak enn etter grundige høringer og offentlig debatt. Venstre stemte under den saken imot å instruere UNE. Grunnen til det var at UNE er den rettsstatsinstans som skal sikre at vi ikke bryter med andre lovvedtak gjort i Stortinget, med Grunnloven og med de internasjonale konvensjonene vi er for. Derfor var vi veldig kritiske til at man gikk for et hastevedtak og også åpnet for å overprøve vår rettsstats sikringsinstans i samme vedtak. Jeg er redd for at vi nå har abdisert det forumet som skal sjekke at vi gjør ting skikkelig, samtidig som vi har laget en hurtigbehandlingsprosedyre, som vi ikke får sikret oss følger de internasjonale konvensjonene som vi faktisk skal følge. Det er et stort ansvar som ligger på statsråden, som må kunne forsikre oss om at vi

de rettsinstansene vi har laget for å kontrollere dem, til side, da gambler vi med veldig mange viktige verdier i det norske samfunnet samtidig. Venstre støtter at de som har hatt opphold lenge i Russland, skal kunne sendes tilbake til Russland, men vi må også innrømme at Russland ikke er det landet som holder menneskerettigheter høyest. Venstre har et søsterparti i Russland, som opplever forfølgelse på mange nivå.

Tre

Og hvis vi skal være ærlige, vi som er i dette rommet i kveld, vet vi at Russland ikke har et fungerende asylsystem. Likevel skal vi altså lene disse alvorlige beslutningene på et håp om at det likevel er sånn. Statsråden sier at mennesker vil bli sendt ut til vanskeligere forhold. Det er riktig, men det er ikke det som bekymrer oss. SV støtter at vi skal sende ut folk som ikke har behov for beskyttelse. Men det alle partier burde være opptatt av, er faren for at vi sender ut folk som har behov for beskyttelse. Det er de garantiene vi ikke har fått. Multivisum, f.eks., betyr bare at man har et visum for flere innreiser, ikke at man har noen form for oppholdstillatelse. De meldingene som har kommet i dag, tyder på at en nå også kan få avslag på å realitetsbehandle søknaden i Norge om en bare har turistvisum, bare har vært noen få dager på gjennomreise i Russland med det som fluktrute. Det går også tydelig fram av instruksen. Så vil jeg be regjeringen om ikke å legge ansvaret på ikke forutsette at saksbehandlerne skal gi dette en grundig behandling når regjeringen selv har bedt dem om ikke å gi disse sakene en grundig behandling. Jeg vil be de partiene som var med på vedtakene i november, om å slutte å si at regjeringen har ansvaret – og ferdig med det. Stortinget har gjort noen vedtak på en helt ekstraordinær måte, uten forsvarlig komitébehandling, uten å få til de merknadene som kunne lagt føringer for prosessene, uten høring og uten tid til å vurdere alternative forslag. Alle som har vært med på det, har et ansvar for konsekvensen av de vedtakene. Vi har ingen visshet om at den praksisen Norge nå fører, er trygg. Vi har et håp om at det er trygt. Jeg deler jo det håpet – jeg håper statsråden har rett i det. Men vi vet ikke hva som er konsekvensene av regjeringens politikk, og jeg mener det understreker at den politikken er uansvarlig, og at det vedtaket Stortinget gjorde i november, var Jeg har nettopp blitt gjort kjent med at det hastebrevet som advokat Halvor Frihagen sendte i går, har fått sitt svar, der vi har fått medhold av menneskerettsdomstolen, regel 39, og avgjort at det ikke er grunnlag for å be om midlertidig tiltak fra Norges side i saken som er anlagt fra en familie med asylsøkere. Så må jeg si at jeg har veldig stor forståelse for at mange ønsker å komme til Norge. Norge er et fantastisk land å bo i. Mange ønsker et bedre liv, en bedre økonomi og trygghet for sin familie og framtid. Men det i seg selv gir ikke grunnlag for Det å føre en streng og rettferdig innvandringspolitikk betyr også at vi må returnere de personene som ikke har krav på beskyttelse. Det er viktig for at vi skal ha mulighet til å ta imot alle dem som har krav på beskyttelse, som kan bli utsatt for forfølgelse i det landet de kommer fra, og som kan bli utsatt for tortur, eller oppfyller de andre premissene som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen legger opp til. Et bredt flertall i denne salen så behovet for at vi måtte gjøre noe for å stoppe den tilstrømmingen som var over Storskog. Vi så at det kom russiske statsborgere. Vi så at det kom personer som hadde oppholdt seg i Russland i årevis, fordi man ønsket et bedre liv i Norge. Jeg skjønner det, men jeg skjønner også at vi ikke kan ta imot alle dem som ønsker det. Derfor er konsekvensen at vi må få returnert dem som ikke har grunnlag for opphold i Norge. Det er faktisk viktig for å opprettholde asylinstituttet, noe jeg tror alle i denne salen faktisk er opptatt av. Så er det sånn at verken regjeringen eller statsråden håndterer enkeltsaker. Sånn må det være. Men jeg har tiltro til at utlendingsmyndighetene som nå gjør denne jobben, gjør den på en skikkelig og god måte. Det er en forutsetning for at vi skal gjøre dette på en god måte, og det har jeg faktisk tiltro til at vi greier. greier. Dermed er denne sekvensen over. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.